er

5 og 6 var interpellasjoner. Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Så synes